Den innkalte vararepresentanten for Oslo, Tina Shagufta Munir Kornmo , tar nå sete. Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at den innvilgede permisjonen for representanten Else-May Norderhus i tiden 23. mars og inntil videre er trukket tilbake. – Denne meddelelse tas til etterretning. Presidenten har grunn til å anta at dette vil bli et meget kort møte, og anmoder representantene om å bli sittende.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag? – Det anses da som vedtatt.
Presidentskapet fremmer i innstillingen forslag til endringer i Stortingets forretningsorden, og presidentskapet foreslår at Stortinget vedtar en ny § 50 a, om behandling av meddelelser fra regjeringen om forskrifter fastsatt av Kongen. Onsdag i forrige uke foreslo regjeringen en midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 – en lov som kalles koronaloven. I innstillingen fra den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende koronakrisen ble det gjort flere endringer i lovforslaget, og lørdag gjennomførte Stortinget førstegangsbehandling av loven. Stortinget behandler i dag loven for andre gang. Loven vil deretter tre i kraft straks den er sanksjonert av Kongen. Loven inneholder en forskriftshjemmel hvor Kongen i midlertidige forskrifter kan utfylle, supplere eller fravike bestemmelser i nærmere opplistede lover så langt dette er nødvendig for å oppfylle lovens formål. Forskrifter gitt med hjemmel i denne loven skal etter kunngjøring umiddelbart meddeles Stortinget skriftlig. Dersom stortingsrepresentanter som til sammen representerer minst en tredjedel av Stortingets medlemmer, ikke kan støtte en bestemt forskrift, eller deler av forskriften, og uttrykker dette skriftlig i tråd med vedtatt arbeidsordning i Stortinget, plikter Kongen straks oppheve de aktuelle bestemmelsene. For at den kontrollmekanismen som beskrives i loven, skal kunne fungere i praksis, må Stortinget etablere prosedyrer for mottak av meddelelser, for bekjentgjøring av meddelelser og for hvordan manglende støtte til en forskrift kan uttrykkes skriftlig og oversendes regjeringen. I koronaloven er det lagt til grunn at stortingsrepresentantene skal kunne agere svært raskt. Det legges derfor opp til en skriftlig prosedyre, slik at Statsministerens kontor kan gi meddelelser gjennom et brev til Stortingets presidentskap umiddelbart etter at forskriften er kunngjort. Regjeringens plikt til å gi Stortinget meddelelse om fastsatte forskrifter vil i så fall være oppfylt når regjeringens brev er mottatt av Stortingets presidentskap på vegne av Stortinget. Det foreslås at Stortingets presidentskap deretter umiddelbart bringer meddelelsen videre til den enkelte representants kunnskap på egnet måte. Elektronisk kommunikasjon vil nesten uten unntak være det mest praktiske, og det antas at dette vil være hovedregelen. I tillegg foreslås det at meddelelsen refereres på ordinær måte i neste stortingsmøte. Det foreslås at manglende støtte til en forskrift eller del av en forskrift fastsatt i medhold av koronaloven uttrykkes skriftlig overfor Stortingets presidentskap, som umiddelbart oversender en melding til regjeringen om dette. I praksis vil koordineringen blant representantene måtte skje i partigruppene. Det legges derfor til grunn at partigruppene kan fremsette en skriftlig erklæring om manglende støtte på vegne av sin partigruppe, eventuelt av den enkelte representant dersom vedkommende ikke er medlem av en partigruppe. Det forutsettes med dette at partigruppene forvisser seg om at de har fullmakt til å fremsette en erklæring på vegne av representantene i sin gruppe. Det forutsettes videre at det opplyses særskilt dersom en eller flere representanter i gruppen ikke finner å kunne stille seg bak erklæringen. Når presidentskapet har mottatt erklæring som representerer minst en tredjedel av representantene, må presidentskapet straks registrere denne og sende en skriftlig melding om dette til regjeringen. Regjeringen skal etter koronaloven § 5 da straks oppheve de aktuelle bestemmelsene. Når regjeringen får utvidede fullmakter gjennom fullmaktsloven, må dette balanseres med sterke mindretallsrettigheter i Stortinget. Det er Stortingets presidentskaps vurdering at dette forslaget om endring i forretningsordenen ivaretar ønsket om rask saksbehandling i Stortinget, slik at disse mindretallsrettighetene i koronaloven kan praktiseres i tråd med forutsetningene i loven Stortinget har vedtatt. Jeg anbefaler derfor innstillingen med de forslag som er fremmet der. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Sakene nr. 2–9 vil bli behandlet under ett.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ikke noe referat. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.